representantforslag. Jeg har gleden av å fremme et representantforslag fra representantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Bente Thorsen, Gjermund Hagesæter og meg selv om å sikre økt lønn i lavlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

vedtatt. Forslagsstillerne tar opp viktige temaer: for det første behovet for tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser, for det andre hvor vanskelig det kan være å holde oversikt over mulighetene for hjelp til tilrettelegging av egen bolig. Kommunalkomiteen har hatt en god behandling av forslaget. Det ble også lagt opp til en åpen høring. Dessverre meldte ingen seg til den. Med unntak av Fremskrittspartiet står alle partiene i dag samlet om merknadene og forslaget til vedtak. vedtak. Det er et viktig mål å øke antall boliger som er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. Uansett hvem vi er, er boligen viktig for vår livskvalitet. I dag er det for få boliger som er tilgjengelig for alle. I den nye plan- og bygningsloven er kravene til tilgjengelighet skjerpet. Det gjør at nye boliger i stadig større grad kan benyttes av personer med nedsatt funksjonsevne. Husbankens Den store utfordringen er å sikre tilgjengelighet i eksisterende boliger. Og mens småhus representerer én problemstilling, byr flerleilighetsbygg på andre utfordringer. Forslagstillerne viser til Husbankens Prosjekt Boligtilpasning som i 2005 ble etablert for å legge til rette for bedre løsninger i eneboliger og småhus. Prosjektet viste at god rådgivning, samordning og fleksibilitet i virkemiddelbruken er nødvendig for å oppnå resultater. Når det gjelder flerleilighetsbygg, er ufordringene store. Mange nordmenn bor i blokker med tre, fire og fem etasjer uten heis. Når en enkeltbeboer trenger en trappeheis, gir hjelpemiddelsentralen støtte til det, etter individuell søknad. Når beboeren ikke lenger har behov for trappeheis, fjernes den igjen. Av mange grunner vil det være mye bedre å installere varige heisløsninger. Regjeringen har innført et tilskudd til prosjektering og installering av heis i eksisterende boligbygg. Dette er en viktig ordning som Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke. Utover å være opptatt av tilrettelegging i seg selv, peker forslagsstillerne på hvor vanskelig det kan være å skaffe seg oversikt over de ulike ordningene som finnes. Arbeidsdelingen mellom stat, kommune og andre aktører kan skape uklarheter, og det er grunn til å tro at det kan gi unødvendig lang saksbehandling. Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen i 2008 satte ned et offentlig utvalg som i fjor la fram NOU 2010:5 «Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering». Utvalget hadde bl.a. som oppgave å vurdere om dagens organisering sikrer Utvalgsinnstillingen har vært på høring, høringsfristen gikk ut 15. oktober, og regjeringen jobber nå med forslagene. Retten til inkludering er grunnleggende. Selv om mye er oppnådd med hensyn til å utforme samfunnet slik at det sikrer likestilling og full deltakelse, er det ennå et stykke igjen til disse målene er nådd. Vi oppnår best full deltakelse dersom vi tar i bruk både individuelle og generelle virkemidler. Generelle virkemidler innebærer en tilrettelegging av samfunnet for alle. Disse føringene er en del av lovgivning som plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven osv. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. Den pålegger samfunnet en plikt til å legge til rette for likestilling, inkludering og aktiv deltakelse, og innholder en tilgjengelighetsdel som sikrer universell utforming. Samtidig er individuelle tiltak og tilgang til hjelpemidler nødvendig. Jeg oppfatter det slik at forslagsstillerne ønsker å styrke den enkeltes rett til å få slik bistand. De foreslår bl.a. å gjøre den midlertidige forskriften FOR-2004–09-07-1248 permanent. Det er blant problemstillingene som er drøftet i den omtalte NOU-en, som regjeringen skal ta stilling til. Jeg har forståelse for at forslagsstillerne er utålmodige, men nettopp fordi dette feltet er sammensatt og uoversiktlig, noe forslagsstillerne også peker på, er det viktig å se ting i sammenheng. Å hente ut enkeltforslag fra en omfattende utvalgsinnstilling og så behandle dem uavhengig av alt annet, er ikke veien å gå. Når det er sagt, vil jeg takke forslagsstillerne for at de gjennom forslaget har pekt på sentrale problemstillinger og dermed gitt et viktig bidrag til de helhetlige vurderingene som nå skal gjøres.

bidrag til de helhetlige vurderingene som nå skal gjøres. Tilrettelegging av bustad for personar med funksjonsnedsetjing har vore reist som eit problemområde i mange år. Ei arbeidsgruppe på midten av 1990-talet, der m.a. tidlegare Rikstrygdeverket, Husbanken, hjelpemiddelsentralar saman med representantar for brukarsida, m.a. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges handikapforbund, har arbeidd med saka. at bustadstilpassing var lite samordna og fragmentarisk. Dette har med andre ord vore eit stort problem i om lag 20 år, og vi har eigentleg ikkje kome lenger i dag. I dag opplever NHF at personar vert tvangsflytta frå heimane sine, dels på grunn av manglande tilrettelegging, men òg fordi det er meir kostnadseffektivt for kommunane å samle personar med behov i same bustadkompleks. Desse bustadene definerer vi som omsorgsbustader, og med det personens eigen heim, men vedkomande kan ikkje fritt velje bustad, men vert pressa ut av sin opphavlege bustad. Derfor er dagens behandling av denne saka svært viktig. Framstegspartiet vil der det framkom at eldre og funksjonshemma har få valmoglegheiter når bustaden deira ikkje lenger er funksjonell. Mangel på god tilrettelegging fører i dag til at mange som kunne halde fram med å bu i eigen bustad, må flytte på institusjon eller over i i større grad å prioritere tilrettelegging av eksisterande bustader for å møte eit veksande behov, då svært få av dagens bustader er godt nok tilrettelagde for denne gruppa personar. Med dagens finansieringsordning opplever mange å måtte betale sjølve for nødvendig tilrettelegging i bustaden, slik at pleie- og omsorgsoppgåver skal kunne utførast i eigen heim,

den eine ektefellen eller partnaren flytte inn i omsorgsbustad, mens den andre parten vert buande i deira tidlegare felles heim. Framstegspartiet ser dermed at manglande tilrettelegging kan gjere det vanskeleg å besøke deira felles heim. Vi meiner at den tidlegare heimen må kunne likestillast med ein fritidsbustad. Framstegspartiet fremjer derfor eit eige forslag om dette i derfor eit eige forslag om dette i denne saka. Framstegspartiet viser til at med dagens utvikling på det teknologiske området vil det vere stadig fleire som kan bu heime, sjølv med stort pleiebehov, men det krev betre tilrettelegging av bustaden. Framstegspartiet meiner at alle med funksjonsnedsetjing skal ha likeverdige rettar til eit godt tilpassa tenestetilbod i heimen, og i den grad det er mogleg, sleppe å måtte flytte til institusjon. Framstegspartiet har derfor også fremma eit eige forslag om dette. Eg tek med dette opp våre forslag. Representanten Åge Starheim har tatt opp de forslag han refererte til. Jeg skal være kort. Representanten Håkon Haugli har tatt opp flertallets innstilling, men det er til. Jeg skal være kort. Representanten Håkon Haugli har tatt opp flertallets innstilling, men det er ingen tvil om at forslagene fra Fremskrittspartiet også har bred støtte i den forstand at mange ønsker at dette er en sak som skal bli belyst og tatt opp. I den forbindelse har komitéflertallet pekt på denne NOU-en Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering, der høringsfristen gikk ut 15. oktober 2010. Og bare for å komme statsråden i forkjøpet vil jeg stille henne spørsmålet: Når har regjeringen tenkt å følge opp denne NOU-en, og er det noe som ligger relativt nært i tid? Begrunnelsen fra Høyres side for ikke å gå inn for forslagene fra Fremskrittspartiet er nettopp at NOU-en ganske nylig er ganske nylig er avgitt, og at høringsfristen har gått ut. Jeg regner med at regjeringen setter dette i en større sammenheng og fremmer forslag om dette. Hvis statsråden da i sitt innlegg kunne antyde noe om når dette ville komme til Stortinget som en egen sak, hadde jeg vært takknemlig for det. Jeg vil også takke forslagsstillerne for å ta opp dette, for dette er en viktig og god debatt, som handler om hvordan vi organiserer hele boligsektoren. En av de tingene som vår regjering har veldig stort trykk på, er

og til debattene høyt, men jeg regner med, når jeg hører Fremskrittspartiets engasjement i denne saken, at Fremskrittspartiet vil stå ved regjeringens arbeid nettopp for å sikre universell utforming i alle nye bygninger, selv om dette av mange utbyggere nå i dag hevdes å kunne bli noe dyrere. Det vil det være erfaringene som viser. Det er så utrolig mye bedre å ta jobben med å sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle boliger i det øyeblikket de bygges, istedenfor å komme mange, mange år i etterkant når løsningene i mange sammenhenger blir mye dyrere og veldig ofte bare blir nest beste løsning, istedenfor at vi får full tilrettelegging helt fra dag én. Det er to erfaringer jeg tenkte jeg skulle ta opp. Det ene er egen erfaring med besteforeldre som blir gamle, og som har behov for tilrettelegging av bolig. Min farfar fikk full tilrettelegging fra hjelpemiddelsentralen og full rettighetsbasert ordning med heis hjemme. Men det er ikke noen tvil om at han var utrolig glad den dagen han kunne flytte i omsorgsbolig, ikke fordi han der hadde full tilrettelegging på noen som helst måte utover noe hjemmehjelp og sånn, men på grunn av lettelsen ved at han utover noe hjemmehjelp og sånn, men på grunn av lettelsen ved at han istedenfor å bo på tre plan kunne bo på ett plan, og på grunn av nærheten som han hadde til eldresenteret, der han hadde mulighet for å gå og spise middag hver dag istedenfor å få mat brakt hjem og være alene. Du får så utrolig mye ekstra ved at du har tilrettelagte boliger, der alt er samlet i en omsorgsbolig. Derfor synes jeg ikke at man bare skal si at det det at folk skal bo i sitt opprinnelige hus, liksom er det eneste saliggjørende, for det er veldig, veldig mange mennesker som ønsker å flytte nærmere det som er av tilrettelagte tilbud for eldre, gjennom frivillighetssentraler, eldresentre osv. I den sammenhengen er det jo veldig, veldig bra når man fra kommunenes side tenker helhetlig, lager tilbud der folk gjerne kan få ett tilbud i én fase av livet og et annet tilbud litt senere, som kanskje et sykehjem i nærheten, sånn at du har nærhet. Hvis du har behov for midlertidig sykehjem i en kortere periode, vil du likevel oppholde deg i det samme miljøet og treffe de samme folkene. Det er en klar fordel med planlegging. Samtidig er det en rekke mennesker som har forskjellige funksjonshemninger, som er unge mennesker, og som nettopp ikke ønsker å være sammen med alle de som er eldre, i omsorgsboliger, men ha muligheten til å bo for seg selv. De må vi ha gode ordninger og rettigheter for. Den andre tingen jeg vil ta opp, er erfaringen fra en konferanse jeg var på i går, i regi av Husbanken, Enova i Stavanger og for. Den andre tingen jeg vil ta opp, er erfaringen fra en konferanse jeg var på i går, i regi av Husbanken, Enova i Stavanger og boligbyggelagene, boligsamvirket. Vi bygger omtrent 1 pst. av ny boligmasse i året. Den store mengden av boliger som folk kommer til å bli eldre i, og kommer til å ha behov for å kunne gå på besøk til hverandre i, leve livet sitt i, er boliger som er bygget i dag. Det har du et eksempel på i Barkaleitet borettslag i Åsane, et sted som jeg kjenner godt, for det er det området der jeg har vokst opp. De hadde gjort helhetlige investeringer på alle mulig måter. De hadde gjort seg nytte av rådgivning for boligsamvirket, tilskudd fra Enova, gode og gunstige lån fra Husbanken, som gjorde det billigere enn andre, private finansinstitusjoner, og dermed bidro til å gjøre prosjektet levedyktig og billig. De hadde også fått bygget ut noen ekstra boliger. De hadde installert ny heis i gamle bygninger. ingen tvil om at det gjør at de boligene er tilgjengelige på en helt annen måte, og at menneskene som bor i det borettslaget, Barkaleitet, kan leve hele livet sitt der fram til de eventuelt har behov for sykehjemsplass eller dør. Hele livet sitt kan de bo i Barkaleitet borettslag. La oss si det sånn: Istedenfor at du hadde gått inn med rettighetsfestede ordninger for hvert enkelt av de menneskene som bor der, som bor der, som ville fått installert trappeheis, er det ingen tvil om at for samfunnet sett under ett, er det mye, mye mer fornuftig å sørge for at du tar en investering felles. En del av de erfaringene som ligger i denne NOU-en, viser at når du samordner de forskjellige ordningene,

kommer. Regjeringa er oppteken av å leggje til rette for at flest moglege bygg og bustader skal vere tilrettelagde for flest mogleg. Det er viktig at me i livets ulike fasar kan velje, kan ha valfridom i forhold til å kunne bu heime lengst mogleg, og/eller kunne ha moglegheit for å kunne få omsorgsbustad eller eventuelt etter kvart ein sjukeheimsplass. Me er klare over at altfor mange bygg og bustader ikkje i tilstrekkeleg grad er tilrettelagde for personar med nedsett funksjonsevne. Det er særleg ei stor utfordring i eksisterande bygg og bustadmasse. Ei særleg utfordring er bustadblokker utan heis. Regjeringa har difor skjerpa krava til heis i For å auke delen blokker med heis har me innført eit tilskott til prosjektering og investering i heis i fleirbustadhus. Krav om tilgjenge er betydelig skjerpa i ny plan- og bygningslov, og eg meiner det er rett, sjølv om mange røyster har teke til orde for at det vert for dyrt. Men det vert dyrare ta den ekstrakostnaden i dag for å leggje til rette for framtida. Dei nye krava til grunnlån i Husbanken bidreg òg til at nye bustader i større grad enn tidlegare kan nyttast av personar med nedsett funksjonsevne. NOU 2010:5, Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering, vart lagd fram i 2010. Her ligg mange forslag til tiltak, m.a. ei omlegging av

og innretting av dei bustadøkonomiske verkemidla, som bustadtilskottet, vil det vere naturleg å følgje opp i dette arbeidet. I løpet av hausten 2011 vil regjeringa leggje fram ei stortingsmelding om bygningspolitikken. I denne vil tilgjenge og universell utforming vere eit viktig tema. Det er store utfordringar som gjenstår. Men eg meiner at regjeringa gjer mykje for å leggje til rette for at bygg og bustader skal kunne nyttast av personar med nedsett funksjonsevne. Fleire tiltak er til vurdering og vil kome til Stortinget så raskt som det er mogleg ut frå dei prosessane som må gjerast til Stortinget så raskt som det er mogleg ut frå dei prosessane som må gjerast i slike saker. Når det gjeld forslag II, er det Arbeidsdepartementet som har ansvaret for forskrifta, men eg er kjend med at Arbeidsdepartementet vurderer å gjere forskrifta permanent. Å gjere forskrifta permanent var også eit av forslaga i NOU 2010:5, Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Regjeringa vil på bakgrunn av m.a. fråsegner frå høyringa vurdere dei ulike forslaga i samanheng, og og vurdere kva som skal følgjast opp. Det er viktig å sjå tiltaka i saman, og at ein gjer ei heilskapleg vurdering av verkemidla slik at ein får ein samanheng i politikken, og slik at det me gjer, treffer dei som me ønskjer å gjere kvardagen enklare for. Når det gjeld tilleggsforslaget, inneber det endring i organisering og innretting av reglar for tilskottet til tilpassing. og innretting av reglar for tilskottet til tilpassing. For at me skal få ein heilskapleg politikk, må òg dette forslaget vurderast saman med dei andre forslaga i ei heilskapleg vurdering av hjelpemidlane. Det er eit viktig tema som er sett på dagsordenen i dag. Forslaget og ikkje minst innstillinga frå kommunal- og

replikkordskifte. Eg har vel ein følelse av at både statsråden og regjeringspartia sine medlemer i komiteen støttar forslaget vårt. Då har eg lyst til å stille følgjande spørsmål til statsråden: Eg har fått mange meldingar frå funksjonshemma som må flytte frå heimen og inn på ein institusjon fordi dei ikkje klarer å finansiere ei ombygging av heimen sin, noko som gjer at ektemaken kanskje ikkje får moglegheit til å besøke den andre ektemaken på grunn av stor avstand. Dette går mykje på finansiering. Vil statsråden vere med og syte for at det no vert oppretta ei finansieringsordning som gjer at desse kan få lov til å byggje om bustaden sin og dermed bu heime lenger, og for så vidt også på den måten spare kommunane for store utgifter? Akkurat det spørsmålet var jo ei stor sak på Senterpartiet sitt landsmøte i helga. Både Senterpartiet og regjeringa er opptekne av å styrkje ordninga for å leggje til rette i heimen slik at han kan ha livsløpsstandard, og ein dermed kan velje å bu heime så lenge som ein kan og ynskjer. Eg var sjølv på besøk hos ein veldig oppegåande 87-åring. Eg må seie at det var imponerande å lytte til han og kona på 85 år om korleis dei hadde fått lagt til rette, men at han no i ein alder av 87 år fann ut at dei to ville flytte til eit bufellesskap, og det var deira val. og det var deira val. Det er nettopp den valfridomen som eg er oppteken av å leggje til rette for, og som regjeringa skal leggje til rette for, gjennom ei skikkeleg satsing på omsorgsbustader og sjukeheimsplassar, slik at dei finst, om ein vil velje det, men òg ved å utvide ordninga med tilrettelegging i heimen. Jeg merket meg statsrådens for så

om ein bur i ein einebustad, der det ikkje er fleire, må det sjølvsagt vere moglegheiter for å kunne få tilgang til den typen installasjon. Så ein kan ikkje tenkje ein for alle, me må tenkje differensiert. Det er akkurat slike vurderingar regjeringa no gjer for å sjå på korleis me kan leggje best mogleg til rette for alle, og at me òg kan gjere det innafor ein måte som tener fellesskapet best mogleg. Me skal ikkje nødvendigvis rettsfeste alt,

beskrevet både i representantforslaget og i det som er fremkommet i forbindelse med komiteens behandling og innstilling til Stortinget. Jeg ventet nesten at representanten Haugli skulle konkludere med at Arbeiderpartiet etter nærmere vurdering faktisk har valgt å stemme for siden de er så viktige, og siden de er så vel tilpasset det behovet som foreligger. Når også representanten Holmås, fra Sosialistisk Venstreparti, inviterer Fremskrittspartiet til å støtte regjeringens arbeid for tilrettelegging av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne, ja, så blir det litt rart når den samme representant senere i dag kommer til å stemme imot alle disse forslagene. Da blir det jo opp til regjeringen å forholde seg til et stortingsvedtak hvor det faktisk er stemt ned at det skal etableres en rettighetsbasert ordning hvor det er den enkeltes behov i forhold til nedsatt funksjonsevne som blir avgjørende for hvilke tiltak som iverksettes. Dette er altså regjeringspartiene i ferd med å stemme vekk!

om seniortiltak for å beholde verdifull undervisningskompetanse i skolen løfter på ny fram en debatt som kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen gjentatte ganger har vært opptatt av: hvordan vi skal sikre nok og gode nok lærere til skolen i årene som kommer. Det er mange faglig dyktige og erfarne lærere i skolen i dag, men vi opplever at de ønsker å gi seg så snart pensjonsordningene legger til rette for det. I en tid da det ikke er mulig å skaffe nok utdannede lærere, er det en utfordring at så mange gir seg mens de ennå har mye å bidra med. Det er stor enighet i komiteen om at lærermangelen er en av de største utfordringene vi står overfor, noe også statsråden bekrefter i sitt tilsvar til komiteen. Representantforslaget støttes av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og man foreslår at regjeringen skal gripe fatt i utfordringen gjennom å fremme et forslag for Stortinget om seniortiltak i skolesektoren, og at regjeringen også skal bidra økonomisk til etableringen av slike konkrete tiltak, som kan bidra til at flere lærere står lenger i yrket. Opposisjonspartiene peker på at storting og regjering har et overordnet ansvar for at barn og unge får en god skolegang, selv om driften av skoler er delegert til skoleeierne, hovedsakelig kommuner og fylkeskommuner. Staten har ansvaret for lærerutdanningen, og når vi ser at dagens rekruttering på ingen måte greier å fylle behovet, er det nødvendig å ta ansvar. I dag er det kun 20 pst. av lærerne som arbeider som lærer fram til vanlig pensjonsalder. I og med at over halvparten av lærerne er over 50 år, tyder mye på at konkrete målrettede tiltak vil kunne resultere i at flere lærere står lenger i yrket. Regjeringspartiene er enige i at det er en stor utfordring vi står overfor, men mener det allerede er satt i gang mange tiltak som vil avhjelpe problemet. Flertallet foreslår derfor at forslaget vedlegges protokollen. Det vises spesielt til den store satsingen på etter- og videreutdanning, og at dette må få virke en tid før en evaluerer og eventuelt setter inn nye tiltak. Flertallet viser videre til at det er skoleeier som har arbeidsgiveransvaret, og at det er KS som koordinerer forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Høyre har gjentatte ganger tatt til orde for en ekstra satsing på lærerne, og dette gjenspeiles bl.a. i vårt alternative budsjett, der vi de to siste årene har doblet innsatsen til etter- og videreutdanning. Etter- og videreutdanning må i større grad tilpasses målgruppen gjennom nærhet til tilbudene, og dersom flere gjennomfører dette, vil det selvsagt kunne bidra til at flere vil stå lenger i tjeneste. Sju av ti lærere har sagt at de ønsker en slik oppfølging. Uansett må vi være villig til å se på ytterlige tiltak for å sikre at elevene i årene framover skal få undervisning av kompetente og gode lærere. Ekstra ressurser kan f.eks. frita seniorene for en del arbeid med rapporter, og økonomiske incentiver kan gjøre det mer attraktivt å stå i arbeid noen ekstra år. Vi skal ikke her og nå ta stilling til hvilke tiltak som kan og bør settes inn, men det er jeg sikker på at statsråden kan finne fram til i dialog med dem det gjelder. Høyre vil takke Venstre for at de så konkret setter seniorpolitikk i skolen på dagsordenen, og hadde håpet at regjeringspartiene ville støtte opp om forslaget og ta denne utfordringen. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å sikre de gode lærerne. For hvert semester vi skal vurdere og evaluere, forsvinner gode lærerkrefter i stort antall ut av skolen. Jeg merker meg at statsråden også er enig i den store utfordringen vi står overfor, men at hun ikke vil gjøre ytterligere grep nå. Jeg lurer på hvilke resultater statsråden kan vise til som gjør at det ikke er nødvendig å se på ytterligere tiltak. Har statsråden fått opplysninger om endringer i trenden med at de fleste slutter før pensjonsalder? I så fall ville det være verdifullt at Stortinget fikk ta del i dette. Dersom så ikke er tilfellet, vil jeg anmode regjeringspartiene om å støtte forslaget fra mindretallet og sørge for at vi får en grundig gjennomgang av hva som kan hjelpe. Det burde alle være interessert i. Jeg ser med spenning fram til debatten og begrunnelsen for at flertallet i salen er innstilt på å lene seg litt tilbake og satse på at dette skal løse seg uten ytterligere tiltak. Til slutt fremmer jeg mindretallets forslag i saken. Representanten Svein Harberg har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er

og det er så definitivt slik òg innafor skulesektoren. Forslagsstillarane har rett situasjonsbeskriving og har difor isolert sett argument for å fremja forslag om tiltak. Regjeringa har alt teke fatt i problemstillinga. Det er ikkje slik, som representanten Harberg seier, at regjeringa lener seg tilbake. Tvert imot, regjeringa er veldig aktiv når det gjeld å ta tak i problemstillinga. Det er altså gjort, men det er då naturleg å følgja utviklinga tett før ein eventuelt går til ytterlegare tiltak. Det å følgja utviklinga tett før ein eventuelt går til ytterlegare tiltak. Det er no faktisk ei god utvikling i skulen vår. Det blir, som alle veit, stadfesta av internasjonale undersøkingar av dei faglege resultata. Noreg er no den tiande beste nasjonen i OECD på lesing – den andre beste i Norden etter Finland. Det blir særleg peika på at naturfaget har ein pen framgang i heile Og målingane av elevane sin trivsel viser at det er mindre bråk og uro i skulen vår. Altså: Dei aller fleste pilene peikar faktisk oppover for tida, og det er hyggeleg. Det er elles slik at interessante og meiningsfylte arbeidsoppgåver vil stimulera lærarane til å stå lenger i arbeidet. Difor er det umåteleg viktig at skuleeigaren har ein tydeleg profil på skuleleiinga

Vidare viser undersøkingar at det er viktig å satsa på parallelle tiltak retta mot både arbeidsmiljøet, arbeidsorganiseringa så vel som den enkelte læraren. Men med utgangspunkt i forskinga kan ein likevel konkludera med at det ikkje finst ein generell formel for å redusera tidleg pensjonering. Kva som fungerer i eitt konkret tilfelle, vil i stor grad avhengja av korleis den konkrete situasjonen og problemstillinga er. Difor er det umåteleg viktig med god skuleleiing, og at skuleeigaren har skulefagleg kompetanse i administrasjon. Mykje av dette er alt nedfelt i gjeldande politikk, men mange av desse faktorane høyrer òg heime i dialogen mellom arbeidstakaren og arbeidsgjevarorganisasjonane. Eg er veldig samd med leiaren i Utdanningsforbundet når ho seier at det viktigaste for lærarane er at dei får tid til å gjera sine kjerneoppgåver, nemleg å undervisa og driva for- og etterarbeid. Lærarar over 55 år har som kjent ein time nedsett undervisningsplikt, men mange opplever at dei blir sette til all slags arbeid på dette tidspunktet, og slik vil me ikkje ha det.

det. Alle er enige om at læreren er den viktigste ressursen for elevenes læringsutbytte. Derfor er det også et svært viktig representantforslag Venstre tar opp her. Vi har fra mange ulike hold fått dokumentert at behovet for lærere er veldig stort. Det antas at det er behov for ca. 1 000 nye lærere i året, og det klarer vi ikke å dekke gjennom Lærermangelen kan fort bli enda verre. I forslaget vises det til en undersøkelse som ble utført for Utdanningsforbundet i 2010 blant lærerne, der over 50 pst. av dem som er 55 år og eldre, svarer at de mest sannsynlig vil bli førtidspensjonert. Uavhengig av alder svarer 23 pst. at det er og 32 pst. av alle sammen svarer at de antakeligvis vil benytte seg av muligheten for førtidspensjonering. Selv om det jobbes, bl.a. gjennom GNIST, både sentralt og lokalt for å få flere søkere til utdanningsinstitusjonene og etter hvert til læreryrket, vet vi at det om noen år vil være et generasjonsskifte, og at det da vil være mangel på lærere både til grunnskole og videregående skole. Derfor må det også settes inn seniortiltak som seniorene selv påpeker vil virke. Det er positivt at søknaden til lærerskolene har økt de siste årene, men jeg tror det er viktig å minne om at så mange som 45 pst. av søkerne til grunnskolelærer 1-utdanningen ikke var kvalifiserte, og at hele 30 pst. av søkerne til

Det må satses på å tilrettelegge for at lærerne og ikke minst seniorene vil bli i skolen. Det kan synes som om alle partiene har stor forståelse for og er enige om at det er viktig å beholde seniorene i skolen. Det er stor enighet om de ulike tiltakene som er vedtatt igangsatt gjennom meldingen Tid til læring, selv om Fremskrittspartiet mener at tiltakene burde vært langt mer konkrete. Men der stopper enigheten. Det Det kan synes som om regjeringspartiene ikke tar inn over seg alvoret og de store utfordringene som flere rapporter peker på, og dermed avviser de at det er behov for tiltak som koster penger. Flertallet i komiteen setter sin lit til at den nye rektor- og lærerutdanningen er både saliggjørende og hurtigvirkende, slik at flere lærere står lenger i yrket. yrket. Jeg tenker mer at dette igjen er en vente-og-se-holdning fra flertallet, som kan medføre at kua dør mens gresset gror. Her kan vi altså risikere at lærerne slutter, mens flertallet sitter og vurderer effekten av det som er gjort. For Fremskrittspartiet er det viktig å drive en god seniorpolitikk som legger til rette for å beholde disse lærerne lengst mulig i skolen. I samfunnet generelt og blant elevene spesielt vil nytteverdien av at godt kvalifiserte seniorlærere blir lenger i skolen enn i dag, være et stort pluss. Dette innebærer også at vi mener at staten må være med og ta et ekstra løft økonomisk for å få flere seniorer til å stå lenger i skolen. Fremskrittspartiet mener at forslaget inneholder satsing på gode, konkrete forslag som hurtig kan settes i verk for å beholde seniorlærerne i skolen. Med bakgrunn i dette støtter Fremskrittspartiet forslagene i saken. Et viktig spørsmål, eller kanskje det er

saken. Et viktig spørsmål, eller kanskje det er riktigere å si et utsagn fra forslagsstillerne her som alle nå er enige om, er at det er viktig at lærere står lengst mulig i jobb. De representerer verdifull kompetanse. Vi har lærermangel, og for den enkelte er det – som regel – en god og positiv opplevelse når en ut fra en offensiv begrunnelse klarer å stå lengst mulig i jobb, og ikke pensjonere seg tidligere enn det han eller hun kunne ønske. Vi kan jo samtidig minne om at vi skal ikke så mange år tilbake før vi egentlig mente det motsatte. For sju–åtte år siden satt jeg i et seniorutvalg ved Høgskolen i Lillehammer, og da var poenget: Hvordan i all verden skal vi bli kvitt disse eldre lærerne fortest mulig? Det var viktig å slippe ungdommen til, og for det andre ble eldre lærere Det var viktig å slippe ungdommen til, og for det andre ble eldre lærere ofte sett på ikke akkurat som noen suksess, men som noe som hadde gått ut på dato. Dette har heldigvis endret seg nå. Jeg vil trekke fram en opplevelse til, som jeg har fra Oppland fylkeskommune. Vi gjennomførte for første gang en bredt anlagt lærer- og og læreevaluering. Da ble vi overrasket over hvor godt lærerne kom ut, og ikke minst over at det ikke var noen sammenheng mellom alder og hvor godt de ble verdsatt av elevene. Tvert imot var det en liten slagside mot at elevene satte veldig pris på eldre lærere. Det er også et godt utgangspunkt. Men for meg er dette på nytt en av mange problemstillinger som vi har tatt opp i denne salen. Vi opplever at opposisjonen ber om mer stat – det skal være en sak for Stortinget, eller det skal være en statlig plan – mens vi fra posisjonen sier at i de tilfeller der ansvaret først og fremst ligger hos andre, skal vi fra nasjonal side oppmuntre dem som har hovedansvaret her, mer, dem som har hovedansvaret her, mer, mer enn å gå inn på den måten som det går an å lese av dette forslaget, at vi skal inn fra oven og få på plass en sak og en plan for å få endret praksis der ute. Alt tyder på at akkurat nå foregår det et godt samspill mellom skoleeierne våre – kommuner og fylkeskommuner – og de ulike lærerorganisasjonene på så mange områder, ikke minst på dette området. Det som er Det som er skrevet i denne saken, viser at den oppramsingen som kommer først fra forslagsstillerne, og deretter fra komiteen, jo på mange måter er en oppramsing av saker eller aktiviteter som allerede er på gang, som skoleeierne sjøl, i samarbeid med lærere og lærerorganisasjoner, har satt i gang med å utvikle. og lærerorganisasjoner, har satt i gang med å utvikle. Dermed representerer det ikke noen ny tenkning sett fra vår side, så slik sett er jeg nok litt uenig med saksordføreren som takker Venstre for et såpass konkret representantforslag. Jeg leser det først og fremst slik, punkt 1, at en ikke er noe særlig konkret, det er først og fremst å be om en sak, og, punkt 2, at det som står av substans i saken, som sagt bare er å registrere ting som i stor grad allerede er på gang. Det viktigste kan bli gjort, synes jeg Tor Bremer fikk fram på en veldig god måte. Hvis vi gjør et generelt godt arbeid i Skole-Norge, så vil alle trives mer, stå lenger i den jobben, og gjøre en bedre innsats der. Alt det gode som nå skjer, både for all del, ute i kommuner og fylkeskommuner, bidrar til at flere vil stå i jobb. Jeg tror – men det har jeg ikke undersøkt – at vi allerede kan se en positiv effekt mange plasser av det gode, konkrete og ikke minst lokale arbeidet som skjer rundt omkring. Det er nok først og fremst lokalt, på den enkelte skole, i den enkelte kommune og i den enkelte fylkeskommune, en i stor grad kan finne fram til de gode tiltakene – for det har litt med å finne tiltak som stemmer der og da, med de folkene som akkurat der og da står i arbeid, og som vurderer om de skal slutte eller ikke. Som forberedelse har jeg forhørt meg litt i nettverket mitt – som er et nettverk i ordets rette forstand ved at de melder tilbake på nett – om forslag som folk mener en kunne komme opp med her. Og det er helt klart at de fleste kommer med rent generelle tiltak.

Tingelstad Wøien,
arbeid. Jeg er egentlig litt glad for at vi kan diskutere tiltak for å beholde stadig flere lærere lenger i jobb, sjøl om St.meld. nr. 11 for 2008–2009 viser at flere lærere nå står lenger i jobb, sammenlignet med tidligere. Gjennomsnittsalder for alle typer av nye pensjonister i skoleverket var 60 år i 2006, mot 57 år i 2001. Likevel går for mange lærere av før de fyller 67 år. Vi trenger dem, og de trenger å få vite akkurat det. Da jeg forberedte meg til denne debatten, ringte jeg min tante. Tante er 71 år. Hun hadde jobbet 40 år i barneskolen den første gangen hun gikk av, som hun sa. Hun er nå egentlig pensjonist, men jobber likevel som lærer, nå med å drive norskopplæring av flyktningbarn og ved å ta andre engasjement og vikariater som skolen tilbyr henne. Det er ikke pengene som er viktigst, men det å være til nytte. Vi fungerer best når vi gjør noe, vet du, sa tante. Samtidig trakk hun fram viktige momenter for å stå lenger i jobb: Først av alt at en er i god fysisk form, og at en fortsatt har formidlingsgleden. At leseplikten ble nedsatt for dem over 55 år, var veldig viktig, og at de fikk en ekstra ferieuke. Samtidig la hun vekt på at miljøet må være godt, slik at en trives i jobb. Det er viktig å føle at en er til nytte, og at en er etterspurt, uten at en er bundet fast. Å slippe å være kontaktlærer er også med på å gjøre dagene lettere. Hvis noen skulle være i tvil om det, har jeg ikke forhørt meg med de andre rød-grønne representantene før dette innlegget ble skrevet. Det betyr altså at det er viktigere å legge til rette for en lettere hverdag. Gjennom behandlingen av Meld. 19 S for 2009–2010, Tid til læring, viser regjeringa til en rekke tiltak for å gjøre nettopp det. God ledelse er kanskje det viktigste stikkordet. Derfor følger regjeringa opp med etter- og videreutdanning både for rektorer og lærere, færre krav til rapportering og mer tydeliggjøring av sentrale føringer. Hvordan kommunene og fylkeskommunene sjøl kan organisere seg for å bidra til god ledelse på sitt nivå, må nesten være opp til kommunene og fylkeskommunene sjøl. Men det er viktig å arbeide med hvordan de kan bidra til å avlaste lærerne. Det er imidlertid viktig å merke seg at en sentral skolefaglig ledelse er nødvendig for resultater og oppfølging. Det er viktig å følge opp sine rektorer slik at en sikrer et akseptabelt antall møter med innhold som føles nødvendig, slik at de får tid til å være pedagogiske ledere. Det er viktig å finne løsninger for å unngå for mye ekstra rapportering til kommune- og fylkesnivå, og at eldre lærere får mulighet til å få oppgaver som bedre tilpasses deres kapasitet. Så er det viktig å ha fokus på det sosiale miljøet. Det er kanskje mange som mener at